øste av sin kunnskap til yngre stortingsrepresentanter. Hun kjempet hele sitt liv mot urett og forskjellsbehandling og var på mange områder en pioner. Som ung psykiater sto hun i første rekke i kampen for å fjerne samfunnets fordommer mot mennesker som møtte fordømmelse og utstøting utelukkende på grunn av seksuell legning. I arbeidet med å fjerne homofili som diagnose spilte hun en hovedrolle. Som statssekretær for andre gang fra 2013 til 2016, lenge etter ordinær pensjonsalder, og senere som Stortingets eldste representant gjennom tidene, både symboliserte og kjempet hun for aktive eldre og mot alle former for sa ofte at hun ble politiker ved en tilfeldighet. Helt tilfeldig var det neppe, men hun har selv fortalt at det var under et kinobesøk med påtroppende sosialminister i Willoch-regjeringen, Leif Arne Heløe, som hun skrev doktorgradsavhandling med, at hun fikk spørsmålet om å bli hans statssekretær i 1981. Med solid faglig bakgrunn, sunt skjønn og blikk og interesse for mennesker ble hun lagt merke til som statssekretær. Veien gikk naturlig til Stortinget som representant for Oslo Høyre fra 1985 til 1989. Hun fikk sentrale verv i Høyre, som leder av Høyrekvinners Landsforbund 1985–1989 og som partiets første nestleder 1990–1991. Hun var også forbruker- og administrasjonsminister i 1986 og Oslo Høyres ordførerkandidat i etterfulgt av en periode i Oslo bystyre. Astrid var alltid opptatt av mennesker. Det var kanskje dette som ledet henne til å påta seg sentrale oppgaver for Røde Kors. Hun var president i Norges Røde Kors 1993–1999 og president i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde For sin store innsats her ble hun tildelt den internasjonale Røde Kors-bevegelsens høyeste utmerkelse, medaljen oppkalt etter grunnleggeren av Røde Kors, Henry Dunant. Titler på bøker hun skrev – Det dyrebare håpet, Endring og undring – eller Så mye ensomhet: Skjebner, kriser, muligheter – er på mange måter talende for hennes engasjement. Det viste seg også i styreverv hun påtok seg, f.eks. Universitetet i Oslos pris for menneskerettigheter, Lisl og Leo Eitingers fond, Norsk gerontologisk institutt, Statens institutt for alkoholforskning og Senter for medisinsk etikk. Innenfor sitt eget fagområde var hun også en pioner, bl.a. som den første norske kvinne med doktorgrad i psykiatri og senere professor i faget. Hennes humanistiske helhetsengasjement var internasjonalt anerkjent, bl.a. som Honorary Member of the American College of Psychiatry, et æresmedlemskap som gis til kun særdeles få utenom USA. Vi lyser fred over Astrid Nøklebye Heibergs minne.

Representantene Audun Lysbakken , Linda Monsen Merkesdal , Lan Marie Nguyen Berg , Mathilde Tybring-Gjedde , Lars Haltbrekken og Ole André Myhrvold , som har vært permittert, har igjen tatt sete. Den innkalte vararepresentanten for Vest-Agder, Eivind Drivenes , tar nå sete. Fra representanten Torstein Tvedt Solberg foreligger søknad om omsorgspermisjon i tiden fra og med 16. til og med 23. november. Vararepresentanten, Marte Eide Klovning , innkalles for å møte i permisjonstiden. Marte Eide Klovning er til stede og vil ta sete.

Kristensen vil framsette et representantforslag. På vegne av representantene Tage Pettersen, Margret Hagerup, Aleksander Stokkebø, Erlend Svardal Bøe, Grunde Almeland og meg selv har jeg gleden av å legge fram et representantforslag om et løft for den digitale spillkulturen. Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.